gruppene. Så blei resultatet at ein kan berre flytte innanfor den nærmaste gruppa – det er det, ikkje meir enn det. For å seie det sånn: For meg er det akseptabelt. Det har stansa dei store utslaga dette kunne få. Ja, vi skal høyre på fiskarane, men dette er også det er fellesskapets ressurs. Det er ikkje sånn at det berre er fiskaranes meiningar i denne saka som er viktige. Det er faktisk i allmenta si interesse korleis vi skal fordele fiskeressursar i dette landet, og det meiner eg vi har funne ein god balanse på med dette vedtaket. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2. Da er Stortinget klar til

Ja,

da vi

Da er Stortinget klar til å votere over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt fram i alt 23 forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Helga Pedersen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Helga Pedersen på vegne av Arbeiderpartiet og forslag nr. 4, fra Helga Pedersen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 5 og 6, fra Helga Pedersen på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 7–9, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 10, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 11–19 og 21–24, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 20 ikke er tatt opp, og dermed heller ikke vil bli votert over.

ikke. Da gjenstår det bare for presidenten å ønske alle en hyggelig kveld. – Møtet er hevet.